jeg ikke det

i, har vi ment at det har

med den vedtatte anmerkning – vil bli satt opp til tredje gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det foreligger ikke noe referat. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.